er klar til å gå til votering over sakene på dagens kart. Sak nr. 1 er andre gangs behandling av lov og gjelder lovvedtak nr. 43. Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak nr. 43 er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Under debatten er det satt fram i alt fem forslag. Det er forslag nr. 2, fra